Moxnes vil framsette et representantforslag. Jeg fremmer et forslag om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd. Representanten Silje Hjemdal vil framsette et Jeg har den ære å sette frem et representantforslag på vegne av representantene Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Solveig Horne, Himanshu Gulati og meg selv om samværssabotasje. Representanten Stein Erik Lauvås vil framsette et representantforslag. Jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø og meg selv sette fram et forslag om at Statens vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes. Representanten Freddy André Øvstegård vil framsette et representantforslag. I forbindelse med likelønnsdagen i morgen har jeg gleden av å fremme et representantforslag Øvstegård vil framsette et representantforslag. I forbindelse med likelønnsdagen i morgen har jeg gleden av å fremme et representantforslag på vegne av stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås og meg selv om et krafttak for likelønn. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Sakene nr. 1–8 vil bli behandlet under ett. Sakene er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 5–12. Når det gjelder sak nr. 2, foreligger det et brev fra justis- og beredskapsministeren, datert 22. oktober. Brevet er tilgjengelig i salen og vil bli sendt justiskomiteen. Statsråd Monica Mæland har bedt om ordet til sak
Stortinget har etter første gangs behandling truffet vedtak om en endring i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Vedtaket går ut på at loven forlenges til 1. juni 2021. Det ble dessverre ikke inntatt en egen ikrafttredelsesbestemmelse i proposisjonen. Det er uheldig, og jeg setter derfor stor pris på at Stortinget viser imøtekommenhet og finner en løsning. Jeg ser det kan gjøre at det stilles spørsmål ved fra hvilket tidspunkt den foreslåtte lovendringen får virkning. Og jeg er glad for at Stortinget gir meg anledning til å ta dette opp så raskt, slik at vi unngår denne usikkerheten. At de midlertidige reglene kan videreføres uten opphold, er svært viktig for domstolene. Derfor er det veldig bra at Stortinget, slik jeg oppfatter det, viser vilje til å finne en løsning på dette. For å få dette til er det behov for å ta inn en ikrafttredelsesbestemmelse, som en del av lovvedtaket som nå er til behandling. Jeg tillater meg derfor å be Stortinget om å vurdere en ikrafttredelsesbestemmelse som kan sikre nettopp at vedtaket om forlengelse av loven får sin tiltenkte virkning. Jeg er opplyst om at Stortinget skal samles for siste gangs behandling av denne saken den 3. november. Ettersom gjeldende lov da vil oppheves 31. oktober 2020, er det også behov for en egnet overgangsbestemmelse som kan ivareta at reglene gjelder uten opphold. Jeg tillater meg derfor også å be om at Stortinget vurderer en overgangsbestemmelse som kan sikre at loven forlenges med virkning fra 31. oktober. Jeg kan ikke se at det er særlige betenkeligheter ved å gi en slik overgangsbestemmelse med virkning noen dager før vedtakelsen i Stortinget. Loven gjelder praktiske tilpasninger i måten sakene avvikles på, og kan ikke sies å være inngripende eller å være egnet til å påvirke sakenes utfall. Det vil etter min vurdering ikke være snakk om noen form for tilbakevirkning som er utfordrende etter Grunnloven, men jeg nevner likevel at slike spørsmål, som ellers, må vurderes i den enkelte sak. For å sikre at det ikke skapes usikkerhet om virkningen av lovvedtaket som følge av at Stortingets behandling avsluttes etter at gjeldende lov oppheves den 31. oktober, er det også grunn til å vurdere en justering i overskriften i vedtaket og av de konkrete formuleringene. Jeg er glad for at et samlet storting er enig i at loven skal fortsette å gjelde slik at vi kan sikre domstolenes virksomhet i den krevende situasjonen vi befinner oss

Da går vi til votering. Sak nr. 1 er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 5. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Sak nr. 2 er andre gangs behandling av lovsak og gjeler lovvedtak

med den vedtatte anmerkningen, vil bli ført opp til tredje gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Sakene nr. 38 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 7 til og med 12. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.